For det andre vert ambisjonsnivået auka ved at den samla kvotemengda vert sett lågare. For det tredje vert graden av harmonisering større, m.a. for å sikre like konkurransevilkår i Europa. Eg ønskjer å understreke kor bra dette systemet er for miljøet ved at det vert sett eit tak for dei samla utsleppa frå og kor viktig det er at Noreg er med på det frå oppstarten. Norsk deltaking i EUs kvotesystem er eit av våre viktigaste verkemiddel for å redusere utsleppa av klimagassar. Auken i den felleseuropeiske kvotemengda som følgje av Noregs deltaking i systemet vert vurdert til å vere på 145 millionar kvotar over perioden 2013–2020. Norske utslepp er forventa å verte høgare enn det. Noregs deltaking i kvotesystemet vil bety at dei årlege utsleppa innanfor systemet vert lågare enn dei ville ha vore om Noreg ikkje deltok. Dersom utsleppa frå norske kvotepliktige verksemder vert som forventa, vil Noreg i 2020 bidra til at dei samla årlege utsleppa frå Noreg og EU vert om lag 11 millionar tonn lågare enn dei ville ha vore om Noreg ikkje deltok i dette systemet. Samtidig vil Noreg arbeide for å gjere systemet betre. Prisen på kvotar ligg no på eit svært lågt nivå. Regjeringa vil derfor arbeide for at EU skal stramme inn på den samla mengda kvotar. Det er fleire måtar å gjere dette på. Eg merkar meg med interesse at spørsmålet om innstramming no vert diskutert ganske breitt i EU. Når det gjeld andre delar av kvotesystemet, t.d. reglane for tildeling av vederlagsfrie kvotar, har norske myndigheiter ønskt å følgje EU. Noreg og EU- kommisjonen har òg ønskt at prosessen for tildeling av kvotar til norske verksemder skal følgje same tidsskjema som i EU. Det bør vere eit klart mål at direktivet vert gjennomført i norsk rett tidsnok til at Noreg kan gå inn som ein integrert del av det felleseuropeiske systemet. Eg er oppteken av at norske verksemder skal få tildelt kvotar samtidig med verksemdene i Europa, m.a. for å sikre like konkurransevilkår. For at dette skal vere mogleg, vil direktivet måtte gjennomførast i norsk rett før det er innlemma i EØS-avtalen. Eit lovforslag til gjennomføring av det reviderte kvotedirektivet har alt vore på offentleg høyring. Høyringsinstansane er i all hovudsak positive til at direktivet vert innlemma i EØS-avtalen utan at det vert gjort spesielle unntak for Noreg, har ikkje kome vesentlege innvendingar mot lovforslaget. Dei foreslåtte endringane i klimakvotelova vil gje rettsleg forankring for ei rekkje prosessar som må vere ferdigstilte før sommaren 2012. Takk vere Stortingets raske behandling av saka skal det no vere mogleg for Noreg å verte ein del av systemet allereie frå starten av. Det blir replikkordskifte.

til den produksjonen de har per tid. Dette er viktig, dette kan i prinsippet bli et problem for flere virksomheter og norske arbeidsplasser i sin ytterste konsekvens. Hva vil statsråden gjøre for å ivareta disse virksomhetene, sånn at de ikke taper i internasjonal konkurranse? Det er riktig at det har vore ein omfattande prosess både i EU og i Noreg om korleis ein skulle utforme kvotesystemet, korleis ein skulle setje såkalla benchmarking, altså grunnlaget for å taper i internasjonal konkurranse? Det er riktig at det har vore ein omfattande prosess både i EU og i Noreg om korleis ein skulle utforme kvotesystemet, korleis ein skulle setje såkalla benchmarking, altså grunnlaget for å berekne kvotar og kva bedriftene skulle ta med seg. Eg trur ein må kunne seie at nesten uansett korleis ein måtte ha gjort det, alle kjem godt ut. Derfor er eg òg merksam på at bedrifter kjem ulikt ut av den metoden som er vald. Det første å seie er at det at ein får vederlagsfrie kvotar, er eit bidrag inn i det. Det andre som det er verdt å vere merksam på, er at i den proposisjonen – ein av dei som nettopp vart overleverte her – skriv regjeringa at vi vil ta i bruk den såkalla karbonpriskompensasjonsmekanismen, som ein no arbeider med i EU, og at vi vil kome tilbake til ei innramming, for å ta den indirekte kostnaden som er. Eg vil likevel vektleggje at industrien har vore veldig positiv til EUs kvotesystem, trass i dei utfordringane. Presidenten kan ikke se at flere har bedt om ordet til replikk. – Det bestemte hr. Amundsen seg for å gjøre, så da får han replikk nummer to – vær så god. Takk, president! I forbindelse med behandlingen av petroleumsmeldingen var det et veldig klart og tydelig, samlet storting – også representanter fra statsrådens eget parti – som vektla betydningen av at vi faktisk kan få en høyere utvinningsgrad på eksisterende felt, dvs. haleproduksjon, altså at vi får hentet opp mer av den oljen som er der. Det er tidskritisk. Når man da varsler økt CO2-avgift på norsk sokkel, betyr det også dårligere økonomi i de marginale prosjektene som vi her snakker om. Jeg oppfatter at man i petroleumsmeldingen kommer i strid med Stortingets vilje når man øker CO2-avgiften, noe som vil ramme disse marginale feltene, og vi kan da risikere av at det nødvendigvis blir mer CO2-utslipp på de marginale feltene. Ser statsråden den problemstillingen, og vil han eventuelt imøtekomme den med noen gode tiltak, slik at vi kan få det beste av begge verdener? Det som eg iallfall veit er Stortingets vilje, gjennom omfattande vedtak, og som òg er regjeringas vilje, er at vi skal redusere norske og globale CO2-utslepp. Grunnen til at vi i klimameldinga har foreslått for Stortinget å auke CO2-avgifta, er at vi veit at dette er eit viktig bidrag til å redusere klimagassutsleppa frå norsk offshorenæring, frå petroleumsnæringa. Så er det svært låg kvotepris – langt lågare enn det ein rekna med og la til grunn for få år sidan. Sist eg sjekka, for nokre dagar sidan, var han nede på 40 kr. Det kan vere litt annleis akkurat i dag, det har eg ikkje sjekka. Så det nivået på samla kvotepris og avgift som vi no legg opp til, er likevel ikkje høgare enn det vi hadde i mange år tidlegare. Men vi må opp på det nivået for at det skal bite,

– vær så god.

Hva er motivasjonen, hva er det man mener med dette forslaget? Så til det som sies om karbonlekkasjeutsatt industri: Amundsen refererer til at denne type industri vil få 100 pst. vederlagsfrie kvoter basert på benchmarking. Så sier han noe om at det gjør at bedrifter som vil utvide sin virksomhet, eller som vil etablere seg på nytt, blir nødt til å kjøpe. Det er helt greit resonnement, men det er jo et helt likt system for hele Europa, og det vil jo gjøre at norske bedrifter kommer helt likt ut som alle sine europeiske konkurrenter. Når Fremskrittspartiet vil kompensere for det – hva er man da egentlig tenker på? Er det slik at man her blander sammen med den ordningen som kommisjonen jobber med, hvor man skal kompensere for indirekte For det er et helt annet system, som ikke har noe med verken utvidelser eller nyetableringer å gjøre. Eller vil Fremskrittspartiet etablere et eget særnorsk system som skal kompensere for dette, der man da skal betale ut penger over statsbudsjettet til bedrifter som vil utvide? Hvilket omfang er det man ser for seg her? Hvor mye skal man kompensere – 100 pst. av kvotepris? Jeg er også veldig spent på om vi kommer til å se noe til dette i Fremskrittspartiets alternative budsjett. budsjett. Så til petroleumsvirksomheten: Representanten Amundsen påstår, senest i replikkvekslingen her, at det regimet vi legger opp til, vil øke CO2-kostnaden, f.eks. ved haleproduksjon. Det er jo helt feil! Det er åpenbart misforstått! I dag betaler jo petroleumsvirksomheten for kvotene, og CO2-avgiften er redusert for å kompensere for det. Så man ligger på nøyaktig samme nivå som man historisk sett har gjort. Når kvotene blir gratis, ber alle i komiteen – unntatt Fremskrittspartiet – om at man får en sak som skal rette opp for det, slik at petroleumsindustrien ikke ender opp med en veldig mye lavere CO2-kostnad. Så det hadde også vært interessant å få en avklaring på om Fremskrittspartiet mener det er riktig at petroleumsindustrien skal ende opp med en lavere CO2-kostnad enn i dag. Hvis man vil misforstå, så klarer man alltids å gjøre det. Poenget i mitt innlegg – da jeg viste til benchmarking på virksomheter som historisk sett kanskje har en

at dette er virksomheter som vil få en større kostnad knyttet til sin produksjon som en følge av kvotedirektivet. Det er et faktum, og det betyr at man også er villig til å betale med arbeidsplasser dersom en ikke gjør noen grep for å møte den problemstillingen. Det er et faktum, det er en realitet, og jeg har selv snakket med bedrifter som har tatt opp dette spørsmålet. Jeg oppfordrer alle fra komiteen til faktisk å gjøre det fra komiteen til faktisk å gjøre det samme. Når det gjelder haleproduksjon, er det et spørsmål om hva prisen blir. Vi har nettopp hørt en debatt hvor alle har tatt til orde for en høyere kvotepris, og samtidig øker man CO2-avgiften. Hvor dette slår ut, er høyst usikkert. Det er nettopp derfor jeg tar opp den problemstillingen – vi må ikke stille oss i den situasjonen at marginale felt ikke blir utbygd blir utbygd i tråd med Stortingets vilje fordi kostnadene i forhold til CO2 blir for høye. Det er hele poenget, og det er ikke spesielt vanskelig å oppfatte. Når det gjelder de 85 prosentene, er det nettopp for å demonstrere og vise at det er greit nok at man vedtar dette direktivet. Men at man knytter implementeringen av de lovvedtakene vi fatter i dag, til et krav overfor EU, synes jeg ikke er urimelig, for det har altså noen konsekvenser for norske virksomheter. Dersom EU, sammen med Sveits og Norge, nå gjennomfører denne type tiltak, strammer til på dette, får det konsekvenser for norske virksomheter. Da må man kunne ta et forbehold om at vi i hvert fall ikke kan praktisere de strengeste reglene i verden, dersom ikke EU – som er vår konkurransepartner – gjør det selv. Det er det forutsetningen bygger på, altså at vi har like kjøreregler som våre nærmeste konkurrenter. For øvrig er Fremskrittspartiet enig med øvrige medlemmer i komiteen om direktivet. Vi stiller oss bak det, men vi ønsker altså å understreke ekstra viktigheten av at norsk industri, norsk næringsliv, ikke får unfair konkurranse. Vi kan komme i den situasjonen – og jeg kjenner til flere bedrifter som kan havne der – dersom man ikke gjør noe for å kompensere, ikke minst det jeg nevnte om negative utslag av benchmarking. Man får velge – skal man ta vare på norske arbeidsplasser, eller er man villig til å ofre norske arbeidsplasser på klimaets alter? Vel, det er i alle fall ikke Fremskrittspartiet med på. Det er

Så lenge reglene er like for alle og trer i kraft på samme dato for alle, blir det helt umulig å skjønne, rent praktisk, hva som menes med at 85 pst. skal være implementert. Men la nå det ligge. Jeg er langt mer opptatt av det som Fremskrittspartiet varsler gjennom sine merknader om kompensasjon til bedrifter som er utsatt for karbonlekkasje. karbonlekkasje. Jeg oppfattet ikke at jeg fikk noe svar på hva slags system de egentlig ser for seg. Det er et system som ikke eksisterer i noe annet europeisk land per nå, det blir et helt eget særnorsk system, som vil gjøre at norske bedrifter får en konkurransefordel jamfør de europeiske, siden regelverket i utgangspunket er likt for alle. Det solidariske i det kan man jo alltids diskutere. Men er

siden. Å diskutere nivået på den avgiften er ikke urimelig, ut fra hvordan dette, historisk sett, har vært. Men regjeringens politikk så langt har vært veldig tydelig på at CO2-avgiften skal justeres, slik at den samlede belastningen sammen med kvoteprisen blir omtrent den samme. Det å la være å justere CO2-avgiften når prisen for kvotene faller helt bort, gjør jo at prisen for å slippe ut på norsk sokkel vil falle som en stein. At Fremskrittspartiet synes at det er greit, er jo også bare verdt å notere seg. Så hadde jeg i stad egentlig lyst til å komme innom innlegget der Ropstad bekymret seg for lav kvotepris, bare for å melde at det er en bekymring vi i aller høyeste grad deler. I likhet med statsråden følger vi også med på diskusjonen som går i EU-systemet om å begrense kvoteomfanget. Det er ikke helt urimelig at den debatten kommer med tanke på hvor mye fornybar energi som har blitt subsidiert inn, at man også trekker noen kvoter ut av markedet. Jeg mener også at den lave kvoteprisen er en god begrunnelse for hvorfor man f.eks. i klimameldingen varsler en del tiltak som skal gjøres også i kvotepliktig sektor, fordi vi trenger flere incentiver for å få fram nye teknologiske løsninger, når kvoteprisen er så lav som den er.

det vil få konsekvenser for norske arbeidsplasser. Når det gjelder CO2-avgift, gjenstår også det å se. Men det er en advarende pekefinger fra vår side mot hvor man kommer til å legge seg, om man eventuelt bør ha noen egne regler i forhold til marginale felt. Jeg mener det må være lov å stille denne type spørsmål, for dette er veldig viktig. Jeg registrerer at man kan diskutere økonomi så mye man vil, men i saken står det altså at beregninger som er gjort av økonomiske konsekvenser for Norge, er usikre. Nettopp usikkerheten er det jeg vil til

tydeleg støtte og tydelege signal om det. Det trur eg òg er grunnen til at ein i all hovudsak gjev full støtte til at vi deltek i kvotemarknaden i den oppdaterte versjonen frå no av. Flere har ikke bedt om ordet til sakene 6 og 7. Etter ønske fra energi- og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

spesielt. De økonomiske kostnader ved nye målestasjoner skal tas over de løpende budsjetter i Miljøverndepartementet. Direktivet er et utmerket eksempel på positiv lovgivning, som utformes av Brussel til glede for norske borgere og det norske samfunnet. Det er imidlertid underlig at et direktiv som er ukontroversielt og ukomplisert, skal ta nesten fire år å implementere i norsk lov. Komiteen stilte spørsmål til statsråden om hvorfor det har tatt så lang tid. Svaret var at det normalt tar noe tid før proposisjoner om samtykke til EØS-beslutninger fremmes for Stortinget. Det besvarer ikke spørsmålet, men bekrefter noe vi visste fra før. I Europautredningen NOU 2012 :2 fremgår det at det i gjennomsnitt tar 641 dager, nesten to år, å innlemme miljørettsakter fra EU i norsk lovgivning. Det er i seg selv altfor lang tid, men altså under halvparten av tiden som er brukt på å innlemme dette direktivet i norsk rett. Svaret fra statsråden gir intet svar på hvorfor det har tatt fire år – men kanskje får vi det nå.

inn. Partiklar eller svevestøv er svært skadeleg, kanskje særleg for dei som er plaga av astma og allergi – ofte er det kanskje òg ein årsak til at ein får astma og allergi. Ein ser i mange storbyar rundt omkring at folk går, joggar eller syklar med munnbind. Eg må seie at det er ille at vi har stelt oss slik at utslepp frå biltrafikk, oppvarming, fyring og andre ting gjer at det er helsefarleg å ferdast ute. Det er heldigvis ikkje så ille i Noreg som i mange store byar rundt omkring. Men jammen merkar ein det òg her, iallfall i periodar. Det er derfor god grunn til å helse velkommen alle så ille i Noreg som i mange store byar rundt omkring. Men jammen merkar ein det òg her, iallfall i periodar. Det er derfor god grunn til å helse velkommen alle tiltak som kan betre luftkvaliteten. Om dette direktivet òg bidreg til det, er det veldig bra. Iallfall er det det som er målet med direktivet, slik det er skissert, nemleg å betre helsa til folk i område med mindre god luftkvalitet. luftkvalitet. Direktivet regulerer diverse stoff som kan vere helseskadelege å puste inn. Så langt har Noreg i tur og orden innlemma dei ulike luftkvalitetsdirektiva i EØS i forureiningsforskrifta sidan rammedirektivet kom i 1996. Det er veldig bra at det er gjort. Direktivet som og ein revisjon av dei førre direktiva, men det er nye mål og krav til små partiklar. Elles får det etter det eg kan sjå, ikkje dei heilt store konsekvensane. Forureiningsforskrifta har jo allereie krav til større partiklar. For å få gjort noko, for å få redusert utsleppa, trengst det overvaking. overvaking. Det blir lagt opp til styrkt overvaking. Som saksordføraren var innom, blir kostnadane tekne over dei årlege budsjetta. Dette er positive og nødvendige tiltak. Det er gode grunnar for å innlemme dette direktivet. Retten til ren luft, rent vann og trygg mat er

faktisk altoverskyggende når det gjelder deres helsetilstand. Det er nettopp det dette direktivet handler om. Hensikten er å definere og fastsette mål for luftkvaliteten for å unngå eller begrense skadelige virkninger på menneskers helse eller på miljøet. I tillegg er direktivet en betydelig forenkling av EUs bestemmelser som gjaldt i 2008, da direktivet ble vedtatt i EU. Dette er en ukontroversiell og positiv sak.

fint om statsråden kan svare på det i et av sine innlegg. Ellers er dette bare en positiv sak, og – som det tidligere er sagt – den er enstemmig fra komiteen.

Direktivets overordnede mål er at luftkvalitet skal bevares der den er god, og forbedres der den er dårlig. For å få dette til er overvåkning av luftkvalitet sentralt. Innføringen av direktivet vil bl.a. føre til økt kunnskapsnivå om svevestøv og dets innhold. Jo mer vi vet om forurensningssituasjonen, jo lettere er det å gjøre målrettede tiltak for å begrense det. Det nye direktivet gir nye grenseverdier og mål for finkornet svevestøv. Dette kommer i tillegg til de eksisterende grenseverdiene for grovkornet svevestøv. Det er jeg glad for. Det er dokumentert, av bl.a. WHO, at finkornet svevestøv har større helsevirkninger enn grovere fraksjoner. Luftkvaliteten i norske byer handler i hovedsak om svevestøv og nitrogendioksid. Nitrogendioksid kommer fra forbrenningsmotoren i bilen. Svevestøv kommer delvis fra eksos og delvis fra piggdekkslitasje av veibanen. Vedfyring kan også bidra til svevestøv. Flere av byene i Norge har tidvis problemer med for dårlig lokal luftkvalitet. Det er særlig nitrogendioksid som er et problem. Bergen har sågar hatt den lite ærerike plassen som Europas mest forurensede by. Når det gjelder forekomsten av finkornet svevestøv i Norge, går utviklingen i riktig retning. Når det eksempelvis gjelder nitrogendioksid, gjør det ikke det. Derfor er målrettede tiltak helt nødvendig. God luftkvalitet er viktig for folks helse og livskvalitet. Særlig det mest finkornete svevestøvet når ned i de fineste lungeforgreiningene og kan gjøre skade der. Det øker risikoen for sykdommer i luftveiene og i hjerte-karsystemet. Personer som allerede har svakheter i luftveiene, som kols, lungefibrose eller astma, er særlig utsatt. Støvet kan aktivere betennelsesreaksjoner i lungene, og dieselpartikler kan trolig forsterke allergiske reaksjoner. Europeiske befolkningsstudier viser at dødeligheten i utsatte grupper fortsatt øker, selv ved kortvarige økninger i konsentrasjonen av svevestøv. Astma- og Allergiforbundet er svært bekymret over de negative helsevirkningene dette kan ha, og den negative utviklingen. De forteller at 20 pst. av norske barn har eller har hatt astma ved fylte ti år. For litt over 20 år siden gjaldt dette kun og i 1950 var det kun 2 pst. Upubliserte tall viser at det øker fortsatt. Dette er skremmende. Senterpartiet er opptatt av å ikke bare måle forekomsten, men å iverksette løsninger for å få utslippene ned. Kommuner som vil, kan gjøre det. De kan bruke verktøy som tidsdifferensierte bompenger og køprising for å få ned den mest forurensende bilbruken. Trondheim har tatt i bruk tidsdifferensierte bompenger. Der har privatbilismen sunket med 10 pst., og kollektivtrafikken har økt med 20 pst. I Bergen er problemene med dårlig luftkvalitet minst like store som i Trondheim. Der har de valgt å la disse verktøyene ligge. Det er Senterpartiet lokalt lite fornøyd med. Gode målinger er en forutsetning for å kunne gjøre målrettede tiltak og se om de virker. Jeg håper at dette bidrar til at flere byer tar i bruk de verktøyene som faktisk finnes, for folkehelsens del. Direktivet bidrar til å styrke arbeidet vi allerede gjør i Norge på dette feltet. Derfor er Senterpartiet positiv til å implementere EUs direktiv om luftkvalitet og renere luft i Europa. Direktivet om luftkvalitet og reinare luft for Europa er

Sidan rammedirektivet kom i 1996, har Noreg fortløpande innlemma direktiva i EØS og innarbeidd krava i forureiningsforskrifta kapittel 7. Direktivet som no ligg føre for Stortinget, er først og fremst ei samanslåing og ein revisjon av dei førre direktiva. Rettsakta vil krevje budsjettvedtak over fleire år, og det er derfor teke atterhald om samtykke frå Stortinget ved innlemming i Kjelder til svevestøv er bruk av piggdekk og utslepp av eksos frå biltrafikk. Vedfyring med fossile brensler bidreg òg til svevestøv. Forureiningsforskrifta har allereie krav til større partiklar, PM10, og det er i norske byar sett i verk tiltak for å overhalde dei. Nytt med dette direktivet er nye mål og krav til små partiklar, PM2,5. Dette er ei oppfølging av det europeiske arbeidet med luftkvalitet. Direktivet har krav til grenseverdiar for konsentrasjonar av små I tillegg skal alle landa berekne eit nasjonalt reduksjonsmål for perioden 2010–2020. Reduksjonsmålet vert berekna på bakgrunn av målingar i perioden 2009–2010. Med krav til grenseverdiar og reduksjonsmål følgjer òg kostnader til overvaking av små partiklar. Overvakinga av små partiklar vil gå over fleire år. Kostnadene vert tekne over ordinære budsjett. Klima- og forureiningsdirektoratet får kostnader på 2,4 mill. kr årleg til oppretting og drift av rurale målestasjonar for bakgrunnsnivå. I tillegg får kommunane Oslo og Trondheim utgifter på 1,6 mill. kr per år for å måle bybakgrunnskonsentrasjonar. Kunnskapen om svevestøv vert betra gjennom meir omfattande overvaking. Vi vil òg få betre informasjon om helseverknader og betre grunnlag for å vurdere målretta tiltak.

Før EØS-komiteen kan avgjere om direktivet skal innlemmast, må direktivet ha vorte rekna som EØS-relevant og akseptabelt av alle EFTA-land. Vanleg prosedyre er at proposisjonen om samtykke til godkjenning vert avgjord i EØS-komiteen, at han skal leggjast fram etter at saka er behandla i EØS-komiteen. Luftkvalitetsdirektivet vart behandla i EØS-komiteen 21. oktober 2011. Normalt går det litt tid frå avgjerd i EØS-komiteen til proposisjonen om samtykke vert fremma. Vi rakk ikkje luftkvalitetsdirektivet i haustsesjonen. Proposisjonen vart derfor fremma tidleg i vårsesjonen. Det blir replikkordskifte.

å innlemme EUs rettsakter i norsk lov, slik det fremgår av NOU 2012 :2, Europautredningen? Det bør vere eit mål at vi kan gjennomføre rettsakter i eit rimeleg tempo her i Noreg. Eg vil ikkje karakterisere det som eit generelt samfunnsproblem at Noreg brukar spesielt lang tid på å gjennomføre rettsakter. Tvert imot viser europeisk gjennomgang som har vorte gjord, at vi er spesielt dyktige til å implementere rettsakter, viss ein ser generelt på det breie biletet. Så vil eg òg peike på at i dette tilfellet, som representanten sikkert høyrde av gjennomgangen, gjekk det mest tid frå Noreg melde det EØS-relevant og alle EFTA-land hadde meldt det EØS-relevant, til det vart behandla Så det er riktig at det har gått nokre månader etter EØS-komiteens behandling før vi har lagt det fram, men det er ikkje den vesentlege tida her. Det er dei åra som er imellom, frå vi behandla det som EØS-relevant, og til EØS-komiteen vedtok det. Er statsråden enig i den beskrivelsen som tidligere lå ute på Miljøverndepartementets – under hans forgjenger – som skulle forklare hvorfor det av og til tar veldig lang tid å implementere EUs rettsakter i norsk lov? Den forklaringen var at det er stor intern uenighet i regjeringen både om direktiver er EØS-relevante, og hvilket departement som skal håndtere dem. Er det en problemstilling og en beskrivelse som statsråden kjenner seg igjen i?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

svar i god

Komiteen mener derfor at det er viktig å fokusere på hvordan samfunnet kan bidra til at den enkelte kan få en verdig avslutning på livet. Det vises i innstillingen til at det har vært gjort en del for å bedre helsetilbudet til alvorlig syke og døende, men det understrekes at det er behov for å bygge ut tilbudet om helsehjelp i sluttfasen av alvorlig og dødelig sykdom, med hensyn til både kompetanse og kvalitet. Jeg er spesielt glad for at en enstemmig komité sier at det er viktig å bygge videre på hospicefilosofien og implementere den i helsevesenet og i samfunnet generelt.

Årlig dør rundt 160 barn i sine hjem, uten at barnet eller de pårørende har noe profesjonelt nettverk rundt seg. En enstemmig komité bruker det nye norske ordet for en slik situasjon, hvor de nærmeste lever med «ventesorg». Komiteen understreker at alle har samme krav på å få bekreftet sitt verd og å bli møtt med respekt i alle livets faser. Det er dessverre slik at internasjonale undersøkelser viser at Norge skårer lavt med hensyn til tilgjengelighet og tilbud til alvorlig syke og døende. Representantforslaget skisserer seks innsatsområder for å gjøre tilbudet til alvorlig syke og døende og deres pårørende bedre, og det er her komiteen skiller lag. Regjeringspartiene viser til brev fra statsråden, og jeg regner med at de selv vil gå nærmere inn på det. Fremskrittspartiet og Høyre støtter fire av forslagene fra Kristelig Folkeparti. Det gjelder forslaget om å få flere enheter for lindrende behandling i sykehusene. Fra Legeforeningen har vi fått synliggjort at det mangler dels kompetanse og dels økonomiske incentiver for å kunne få den nødvendige satsingen på lindrende behandling i våre sykehus. Faglige beregninger sier at behovet for antall palliative senger i Norge burde være 800. I dag har vi kun 200 slike. Opposisjonen ber derfor om en satsing for å dekke det nødvendige behovet. Vi har nylig innført Samhandlingsreformen. Den legger opp til at langt flere skal få sitt medisinske tilbud ute i kommunene. Det er derfor et stort behov for å få på plass et tilbud med ambulante team som dekker alle kommuner, og som kan bidra med den nødvendige fagkompetansen med hensyn til den døende og dennes pårørende, i et nært tverrfaglig samarbeid med ulike andre aktører i kommunen og i nærmiljøet. Fokuseringen må være på den helhetlige tilnærmingen og på ulike behov som oppstår på mange plan. I ti år har det vært gitt tilskudd til ulike prosjekter innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Dette skal evalueres senere i år, og det er viktig at det gode arbeidet som er gjort, ikke stopper opp. Kompetanse er også et nøkkelord og et viktig satsingsområde. Opposisjonen ber derfor om at det utarbeides en egen plan for å bygge opp den palliative kompetansen i helsevesenet. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet står også sammen om et forslag om å opprette egen kreftkoordinatorstilling i alle kommuner og bydeler. Kreftforeningen har nå etablert en tilskuddsordning som kommunen kan søke på for å få opprettet en Forslagsstillerne synes dette er et meget godt tiltak, men at det burde være et offentlig ansvar og noe som alle norske kommuner og bydeler burde få etablert. Kristelig Folkeparti står alene om å foreslå å endre finansieringen for døende pasienter i sykehus fra stykkprisfinansiering til fullfinansiert rammefinansiering. Intensjonen i dette forslaget er god. Hensikten er å komme bort fra den situasjonen at sykehusene straffes økonomisk når de holder liv i pasienten en dag eller to ekstra. I dag ytes det en tilleggsrefusjon for palliativ behandling, som ble innført under Bondevik Men etter Fremskrittspartiets mening er det all grunn til å se på denne ordningen én gang til, slik at sykehusene får dekket sine faktiske kostnader til personell, materiell etc. nærmest for hver dag pasienten lever, slik at vi unngår etisk tvilsomme situasjoner, der det kan virke som om sykehusene premieres hvis pasienten dør fort. Med dette vil jeg ta opp de forslag som Fremskrittspartiet er medforslagsstiller til. Representanten Jon Jæger Gåsvatn har tatt opp de forslag han refererte til. Som saksordføreren innledet med, er det bred enighet i

vi her etterlyser, skal gis ute i kommunene, hvor våre partifeller er arbeidsgivere. Det er viktig at vi diskuterer tematikken og feltet med våre egne, slik at man kan få økt fokusering på dette i den kommunale omsorgen. Forslaget er på en måte tredelt. Det ene handler om en generell verdighet ved livets slutt. Det andre handler om en generell verdighet ved livets slutt. Det andre handler om lindrende behandling for dem som nærmer seg livets slutt, og det tredje handler litt om endring av den ordningen som vi har i dag, altså om stykkprisfinansieringsdebatten. Før jeg går inn på hvorfor vi i utgangspunktet er positive til at forslagsstillerne tar opp tematikken, og allikevel er negative til forslagene, vil jeg henvise til at mange av disse elementene allerede er innlemmet i gjeldende planer eller i varslet plan, jf. statsrådens brev. Jeg skal ikke bruke mye tid på hva regjeringspartiene egentlig mener om det, men heller bruke litt tid på noen av inngangene i saken fra forslagsstillerne. Fire av punktene er det på mange måter lett fordi vi gjennom Omsorgsplan 2015 og Kompetanseløftet 2015 langt på vei er helt enig i det man fremmer i denne saken. Problemet med å legge de forslagene inn i en egen plan er at man risikerer å få for mange planer og dermed også mister noe av gjennomføringskraften, for det blir for mange planer fra Stortinget å forholde seg til for dem som faktisk skal utføre dem. Vi har lyst til å være tro mot både Omsorgsplan 2015 og Kompetanseløftet og ikke – på en måte – fragmentere det med å lage en ny plan. I det perspektivet kunne det vært interessant å høre om Høyre – når de da støtter fire av forslagene – mener det skal inngå i en egen plan, eller om det skal legges inn i de allerede eksisterende planer. Det kunne vært interessant. Når det gjelder stykkprisfinansieringen, er vi uenige med forslagsstillerne på basis av at det er litt skummelt å endre enkeltelementer i en ganske kompleks materie hvor man kanskje ikke overskuer konsekvensene fullt ut. Det er det ene. Det andre er at med å legge det inn i rammene kan man også risikere at man ikke får det fokuset man burde hatt, og man overlater det da til de regionale helseforetakene istedenfor til det enkelte helseforetak. Det kan da bidra til at man ikke får det fokuset man ønsker. Så det er vi rett og slett helt uenige om. Jeg registrerer at Høyre i hvert fall – og Fremskrittspartiet, hvis jeg ikke husker feil – også er uenig i det. Når det gjelder kreftkoordinatorstillinger i alle kommuner og bydeler, kan man også langt på vei være enig i intensjonen bak forslaget. Spørsmålet blir om det er hensiktsmessig å pålegge alle kommuner og bydeler å ha en kreftkoordinator. Det viktige er jo at man sørger for at man har en helhetlig behandling for kreftpasientene, og at man sørger for at man får en god pasientflyt. Om det skal tillegges kommunene eller helseforetakene, er jeg ikke beredt til å konkludere på. Jeg regner med at det kanskje er noe av det som problematiseres i den nye kreftstrategien, og at det er en del av en større helhet. Derfor er det også for tidlig å gå inn i den, fordi vi vil avvente en sak vi vet kommer – som er varslet i statsrådens brev til komiteen – før vi konkluderer på det. Så vil jeg si, rent generelt, at alle de seks forslagene er satsingsforslag. Det i seg selv gjør det krevende for regjeringspartiene å mene veldig mye rundt det, fordi vi forholder oss til våre statsbudsjetter. I det perspektivet er det interessant å se om man ser igjen dette i løpet av kort tid, i revidert nasjonalbudsjett, fra dem som da støtter forslagene. Helt til slutt vil jeg også sette fokus på noe som kanskje er like viktig som de punktene som er listet opp, og som egentlig alle er enige om at vi skal imøtekomme på et eller annet vis, nemlig faren for overbehandling. Dette har man også dokumentert, og helsemyndighetene har vært opptatt av at det skjer for ofte og da bidrar til at man ikke får en verdig avslutning. Spesielt i kreftomsorgen vil det være viktig at man ikke driver behandling for lenge, fordi man da utsetter noe som er uunngåelig og kanskje påfører unødig lidelse. Det er også en viktig del av den debatten. Det siste spørsmålet representanten Breen tok opp, er et faglig spørsmål og heldigvis ikke politikk. Jeg vil gi honnør til Kristelig Folkeparti som tar opp disse problemstillingene. Erfaringen viser at det er nødvendig å diskutere dem gang på gang. Jeg vil deretter takke saksordføreren for et grundig arbeid og en god redegjørelse også om Høyres, dvs. opposisjonens, standpunkter og forslag, som vi selvsagt står bak. Omsorg ved livets slutt er en av de mest krevende oppgaver innen helsetjenesten og utfordrer både fagfolk og politikere. Hver eneste dag opplever mennesker å bli rammet av alvorlig sykdom og nære tap som tvinger dem inn i en totalt endret livssituasjon. Vi møter slike utfordringer svært forskjellig avhengig av hvor forberedte vi er, den livssituasjonen vi er i, reaksjoner i omgivelsene og ikke minst den hjelp som tilbys fra helse- og omsorgstjenestene. Respekten for menneskeverdet blir satt på en alvorlig prøve når vi møter mennesker i sluttfasen av livet. Det er i slike situasjoner det egentlige menneskesynet i helsetjenesten og hos helsepersonell kommer for en dag. Det er nettopp nær ytterpunktene at vi finner de verdimessige prøvesteiner i vårt samfunn. Menneskeverdet er særlig utsatt for å bli krenket eller truet i livets sluttfase. Døden er institusjonalisert, den er avritualisert og i stor grad overlatt til spesialister. Selv om tilbudet har blitt atskillig bedre de siste årene, er det fortsatt altfor mange eksempler på at alvorlig syke og døende får for dårlig hjelp. For å motvirke kravene om at helsetjenesten skal medvirke til selvvalgt avslutning av livet, er det viktig å sikre at tilbudet som blir gitt til mennesker mot slutten av livet, er så godt som mulig, både menneskelig og faglig. Så langt det er mulig, må det legges til rette for at behandling, pleie og omsorg kan gis så nær hjemmet som mulig eller i hjemmet, dersom pasienten ønsker det. En alvorlig sykdom rammer ikke bare pasienten, men også den nærmeste familie, venner og nærmiljø. Mange alvorlig syke blir ofte isolert, de søker ikke selv kontakt, og de som står på utsiden, er redde for å bry seg.

sykehjem. En av fem dør hjemme. Det er nødvendig å gi alvorlig syke og døende et reelt valg når det gjelder hvor de ønsker å tilbringe livets siste dager. Dette er særlig viktig i lys av at vi er et flerkulturelt samfunn, der mennesker har ulike syn på hvordan en verdig avslutning av livet kan være. For mange vil det være viktig å kunne være hjemme i livets siste fase. Andre ønsker å være et sted hvor de kan få ro til en god og verdig avslutning. Dette krever at vi både legger til rette for en god hjemmebasert omsorg og samtidig bygger opp flere hospice, som et tilbud til dem som måtte ønske det. Dersom flere pasienter skal få muligheten til å avslutte livet hjemme, i tråd med egne ønsker, må vi gi dem og deres pårørende trygghet for at de får god, kvalifisert hjelp. Det er helt avgjørende. Ambulerende palliative team kan gi denne tryggheten, forutsatt at det er fleksible ordninger der kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samarbeider om å gi et helhetlig tilbud. Det er fremdeles en lang vei å gå før vi kan si at vi er tilfreds med denne delen av helsetjenesten. Den tverrpolitiske enigheten som kommer fram her i dag, lover godt. Men jeg tror fremdeles det er viktig å ha noen etiske debatter og en god etisk refleksjon både for fagfolk og ikke minst for oss som politikere.

men som oftest føler jeg at jeg ikke strekker til. Halvparten av de nesten 1 500 ansatte som ble spurt i den landsomfattende undersøkelsen, har opplevd at pasienter dør alene på deres sykehjem. Selv om de ansatte også sier at fire av fem dør en verdig død, er hver eneste som dør alene, en for mye. Verdens helseorganisasjon sier bl.a. at palliativ omsorg bekrefter livet og betrakter døden som en naturlig prosess. Den lindrer smerte og andre symptomer og verken fremskynder eller utsetter døden. Palliativ omsorg tilbyr støttefunksjon for å hjelpe pasienten til å leve så aktivt som mulig inntil døden. Dette er livshjelp ved livets slutt. Døden er livets avslutning, og omsorgen bør derfor integrere både psykologiske og åndelige aspekter. Med dette som bakgrunn synes jeg det er verdt å merke seg at bruken av fastvakt til døende i Norge har blitt redusert de siste årene.

Hele komiteen påpeker i innstillingen at til tross for satsingen på det palliative tilbudet er behovet for helsehjelp i sluttfasen økende. Alle er enige om at tilbudene må bygges videre ut. Men hva skjer i dag? I forbindelse med innføringen av Samhandlingsreformen har faktisk enkelte kommuner fått et så stort press på seg til å ta imot utskrivingsklare pasienter at de sier at de bruker korttidsplasser og palliative sengeplasser på sykehjem til dette. Helseministeren har i brev til komiteen i forbindelse med denne saken bl.a. henvist til at regjeringen har som mål å gi tilsagn til 12 000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008–2015. Det er også noe bekymringsfullt at det hittil er bygd under Mange gamle syke vil også i fremtiden ha behov for institusjonsplass i siste fase av livet, ikke minst de som er helt alene uten familie. Men om en døende og dens pårørende føler seg trygge for at den døende vil få adekvat smertelindring og medisinhåndtering i hjemmet, vil flere velge hjemmet som stedet der de avslutter livet – det er jeg ikke i tvil om. Økt trygghet og bedre lindring i hjemmet vil redusere antall sykehus- og institusjonsinnleggelser. Tilbud om ambulante team, f.eks. gjennom hjemmehospice, som Fransiskushjelpen her i Oslo, er et flott eksempel som bidrar til verdighet ved livets slutt. Helse- og omsorgsministeren peker i sitt brev på gode tiltak som er igangsatt. Det er flott. Likevel er det verdt å understreke at behovet for palliativ behandling vil være økende i forbindelse med at vi får flere eldre i årene fremover. Vi må satse raskt og sterkt for å møte disse utfordringene. Jeg hadde derfor håpet at regjeringen hadde vært mer åpen for våre forslag. En god avslutning på livet bør ha høy prioritet. Så til slutt noen få kommentarer til representanten Breens innlegg. Om man ville ha en egen plan eller innlemme i en annen plan – hvis det var det som var problemet, hadde det vært veldig interessant om vi kunne hatt en diskusjon om det litt tidligere. Det viktigste for meg, som en av forslagsstillerne, og for Kristelig Folkeparti, er faktisk at vi får en helhetlig plan med tiltak, med Hvis det er slik at regjeringen har innlemmet eller varslet alle disse forslagene, kunne man kanskje likevel sagt ja. I alle fall vil det koste for regjeringen også. Så det er vel flere som må bli utfordret på i hvilke budsjetter man har tenkt å komme med tilsagn. Ellers tar jeg opp det forslaget Kristelig Folkeparti har. Jeg er glad for denne debatten, og jeg er glad for at alle er enige om at her må vi satse.

til. For 100 år sidan døydde dei fleste nordmenn i heimane sine. I dag døyr 40 pst. av befolkninga på sjukeheim og 40 pst. på sjukehus, og berre 10–15 pst. av oss døyr heime. Talet som døyr på sjukeheim, er aukande. Vi opplever og har opplevd ei utvikling der døden er blitt institusjonalisert. Mange har difor lita eller inga erfaring med dødsleiet. Dei fleste føreset at det offentlege helse- og omsorgsapparatet og medisinsk-fagleg personell er til stades og tek ansvar og skaper tryggleik, slik at alle kan sikrast livskvalitet ved livets slutt. Representantforslaget frå Kristeleg Folkeparti er viktig. Dei ønskjer ein særskild offentleg plan for å sikra alle rett til livshjelp ved livets slutt. Mange kan forstå dette forslaget. og vera sikker på at ein sjølv eller nær familie blir sikra hjelp når ein er hjelpelaus, og at ein blir følgd opp på ein verdig måte ved livets slutt, er viktig for alle. Det har vore ei markert satsing dei siste åra på å betra helsetilbodet til alvorleg sjuke og døyande. Trass i satsinga er behovet for helsehjelp i sluttfasen av livet aukande. Ein samla komité er einig om at ein må byggja ut tilbodet vidare for å betra kompetansen og kvaliteten. merknaden er eg veldig glad for. Det er mange gode forslag i saka, og det er mange gode svar frå statsråden om korleis desse forslaga blir varetekne. Eg ønskjer å retta fokus på pårørande si rolle. Denne regjeringa har innført ein ny rett til ti dagars permisjon for arbeidstakarar for å gi nødvendig omsorg til foreldre og ektefelle/sambuar. Det er òg innført utvida rett til permisjon og pleiepengar i 60 dagar av nære pårørande i livets sluttfase. Dette er eit veldig viktig tiltak. Slike ordningar gjer det lettare for pårørande å bidra og vera til stades ved livets slutt hos nære familiemedlemmer, til glede for dei det gjeld, og til glede for helsevesenet. Hagen-utvalet understrekar at samfunnet ikkje ville ha gått rundt utan den frivillige og i all hovudsak familiebaserte omsorga. Denne arbeidskrafta vil koma som eit supplement til det offentlege og er ekstra verdfull når ein snakkar om ressurskrevjande omsorg ved livets slutt. Dei påpeikar at det er utilfredsstillande at folk har måtta sjukmelda seg eller gå av med pensjon for å kunna vareta krevjande omsorgsoppgåver for sine nærmaste. Utvalet påpeikar òg behovet for fleksible og gode permisjonsordningar for slik å oppretthalda kontakten med arbeidslivet. Utan slike ordningar blir det gjerne slik at pårørande som tek på seg over ein lengre periode, sjølve kan koma i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Hagen-utvalet foreslår òg å utvida denne permisjonsbestemminga ytterlegare, til eitt år, for å sikra at pårørande som står i omfattande omsorgsarbeid over lengre tid, lettare kan koma tilbake i arbeidslivet. Hagen-utvalet påpeikar òg behovet for opplæring og rettleiing av pårørande. Det gjeld ikkje minst når pårørande deltek og bidreg til lindrande behandling ved livets slutt. Så er det noko som eg saknar i Kristeleg Folkeparti sine forslag, er det større fokus på behovet for inkludering og styrking av pårørande sine rettar og deira situasjon i arbeidet med omsorg ved livets slutt. I saka har Kristeleg Folkeparti teke opp behovet for å sjå på finansieringa av det palliative tilbodet ved sjukehusa. Dei foreslår å fjerna stykkprisfinansieringa for døyande pasientar i sjukehus, og dermed fullfinansiering over rammeløyvingane over dei regionale helseføretaka. Så merkar eg meg at Framstegspartiet og Høgre ikkje støttar Kristeleg Folkeparti i dette spørsmålet. Senterpartiet deler mykje av intensjonen bak Kristeleg Folkeparti sitt forslag om endring av finansieringa. Eg vil visa til innstillinga til representantforslaget om plan for livshjelp, som blei behandla i Stortinget 2. mars 2010 – Innst. 150 S for 2009–2010 – der det blei vist til at Den norske legeforening i høyringsutsegnene sine til den saka viste til at stykkprisfinansiering, slik ho blir praktisert i dag, passar dårleg for alvorleg sjuke pasientar. Ei finansieringsform som premierer kort dødsleie, er etisk tvilsam. Det er sånn at pasientar med langtkomen sjukdom kan ha sjukdomsperiodar med svært komplekse utfordringar, der langvarige sjukehusopphald er nødvendige. Eg kunne ønskja at vi gjekk litt meir inngåande inn i denne problematikken enn det som er tilfellet, og som vi har moglegheit til i denne saka, med veldig mange forskjellige forslag. Eg vil til slutt òg gjera merksam på at regjeringspartia i 2010 i merknadar til innstillinga om plan for livshjelp skreiv at dei «ser at det kan være utfordringer rundt finansieringen av palliativ behandling ved spesialisthelsetjenesten i dag, og ber departementet gå igjennom finansieringsordningen for slik behandling».

bl.a. gjennom mitt arbeid med Omsorgsplan 2015 og Samhandlingsreformen. Gjennom Kompetanseløftet 2015 sørger vi for at sektoren har tilgang på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. Å gi god omsorg og hjelp til mennesker i denne situasjonen krever kompetanse, kompetente mennesker. Den kommunale omsorgssektoren er styrket med om lag 22 000 årsverk fra 2005 til 2011. Veksten består i hovedsak av personell med fagutdanning. Legedekningen i sykehjem er styrket, og må styrkes videre. Helsedirektoratet har gitt ut faglige retningslinjer om lindrende behandling både for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Både medisinsk og kommunikasjonsfaglig Regjeringen vil gi investeringstilskudd til 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008–2015. Også palliative enheter kan få slik støtte til å bygge ut og utvikle den palliative omsorgen. Mange vil nok likevel ønske å få omsorg ved livets slutt der de allerede bor, i kjente omgivelser og med kjent personale, enten det er i sykehjem, omsorgsbolig eller i eget Derfor er det nødvendig å styrke kapasiteten og kompetansen i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, utenfor sykehus. Det er en egen tilskuddsordning for dette. Den er på ca. 16 mill. kr for 2012. Det er også etablert regionale ressurs- og kompetansesentre for palliasjon i regi av helseforetakene. Pasienter som mottar lindrende behandling, beveger seg ofte mellom sykehus, sykehjem og eget hjem. Godt samarbeid mellom sykehus og kommuner er avgjørende for å skape verdighet for den enkelte i det som kan være en vanskelig tid. Det er sentralt i Samhandlingsreformen at flere oppgaver i helsetjenesten skal løses lokalt. Tilbudet om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt bør bygges opp som en del av den ordinære helse- og omsorgstjenesten. Mange av pasientene som kan få bedre hjelp i kommunen, nærmere pårørende og i egne omgivelser. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt som en integrert del av det kommunale ansvaret gir trygghet og forutsigbarhet for den enkelte og for pårørende. I løpet av året vil jeg legge frem en ny kreftstrategi. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er en viktig del av denne strategien. Strategien skal bidra til at samarbeidet mellom nivåene blir bedre når det gjelder pasienter i livets sluttfase. Jeg har bedt Helsedirektoratet om å gjennomgå Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Dette er gjort på bakgrunn av spørsmål som ble reist i representantforslag 8:11 S for 2009–2010 om behovet for økt satsing på livshjelp og i innstillingen til dette forslaget. Jeg understreket i mitt svar at retningslinjene skal gjelde for både voksne og barn. Helsedirektoratet er nå i gang med å utforme faglige retningslinjer for lindrende behandling til barn. Det forventes at retningslinjene er ferdig i 2013. Mennesker skal oppleve at de får en verdig avslutning på livet. Dette ligger fast i verdighetsgarantien, som nå er lovfestet i den nye helse- og omsorgsloven. Det må gis som en del av et helhetlig omsorgsløp. Tilbudet er styrket de siste årene, og vi skal fortsette å bygge ut omsorgstilbudet også i den siste fasen av livet.

kreftomsorgen. Vi hører statsråden fortelle at det nå arbeides med en ny veileder, som har vært ute til høring. Hvordan ser statsråden for seg at hospice som begrep og tiltak skal kunne revitaliseres i tråd med komiteens ønsker? Jeg har sett gode hospicetilbud som det står all respekt av – både de som jobber der, og Det som er viktig for meg, er at de som har behov for det, får en god palliativ omsorg som er bygget på kompetanse, og som er bygget på en organisering som passer den enkelte, enten det skjer hjemme, i sykehjem eller i sykehus. Det er slik at 95 pst. av de pasientene som palliativ behandling, f.eks. på sykehus, er kreftpasienter. Derfor er det jeg har vært opptatt av at dette må tas med også i den nye kreftstrategien. Høyre er
opptatt av å få bygget opp kompetansen ute i kommunene og også innen denne omsorgen. Vi peker jo på i innstillingen at undervisningssykehjemmene har en særlig viktig rolle i dette kompetansebyggende arbeidet, sammen med den kompetanseoppbyggingen som vi har i palliative enheter. Akkurat undervisningssykehjemmene har en viktig rolle også i kommunehelsetjenesten og i omsorgstjenester generelt. Mitt spørsmål er om statsråden har noen planer om, eller om hun vil sørge for, at det etableres flere undervisningssykehjem. Slik jeg har forstått det fra oppstarten av, har det vært meningen å ha ett i hvert fylke. Det viktige med disse utviklingssykehjemmene, som tidligere var undervisningssykehjem, er nettopp at de skal kunne utvikle gode tilbud og drive kompetanseoverføring til andre sykehjem. Det har jeg også sett mange gode eksempler på, men jeg har lyst til å understreke at det er ikke det eneste stedet hvor man kan bygge opp kompetanse. Jeg nevnte at vi har satt av egne penger på budsjettet til kompetanseoppbygging. Jeg synes det er veldig viktig å få til en kompetanseoverføring til andre på bakgrunn av det gode arbeidet som gjøres i palliative enheter, og også satsingen på ambulante team, som er en satsing mellom sykehuset og kommunen, og som er viktig for at man skal ha en større fleksibilitet i tilbudet til dem som har behov for og ønsker det. Jeg har vært på en rekke avdelinger for hospice, spesielt i sykehus, ikke fordi vi har veldig mange av dem – jeg tror jeg har vært på dem vi har. Det er helt riktig det som representanten Kjersti Toppe tok opp. Jeg skal ikke gjenta det, men i hvert fall samtlige steder jeg har vært, sier man at stykkprisfinansieringen slik den er utformet, ikke ivaretar godt skal vi si – økonomien i det å behandle døende pasienter, fordi de ofte trenger svært, svært lange behandlingsløp, i alle fall når de er inneliggende på sykehus. Jeg har lyst til å henvise til forslaget vårt, som ikke nødvendigvis sier at vi skal fjerne stykkprisen verken i dag eller i morgen, men få en vurdering av den. Mitt spørsmål er egentlig om statsråden kunne tenke seg å gå litt mer inn i dette, i og med at også Stortinget som helhet har vært opptatt av dette tidligere, og se om det finnes andre løsninger. Det kan godt hende at det er klokt å se på finansiering innenfor mange ting, kanskje innenfor dette området også. Hvis årsaken er at man ikke får et godt nok tilbud, så er det veldig alvorlig. Jeg har sett flere av disse tilbudene. Vi har alle våre erfaringer og opplevelser, men jeg har aldri opplevd at det har vært snakk om økonomi når man har hatt behov for et godt palliativt tilbud på et av sykehusene våre, heller ikke når det har vært et av de ideelle sykehusene, som for alle praktiske formål er en del av det offentlige helsevesenet. Det som er viktig, er at vi finner den gode kvaliteten på dette tilbudet, den riktige kompetansen, den riktige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

Det koster også penger for regjeringspartiene, og hva har vi fått til? Jeg kan bekrefte at det koster penger – det er ganske dyrt, rett og slett. Fra 2005 til 2011 var det en økning på 22 000 årsverk i helse- og omsorgssektoren. Det koster penger. Da vi gikk inn og sjekket, var det i 2011 i det store og hele en årsverksøkning av ansatte med helse- og Vi bevilger årlig 300 mill. kr til kompetansetiltak gjennom Kompetanseløftet 2015. Det har ført til at 14 000 ansatte i perioden 2007–2011 har gjennomført grunn-, etter- og videreutdanning. Så langt i år er 8 700 under opplæring gjennom de tiltakene. Vi har etablert en egen kompetansesatsing innen lindrende behandling og omsorg, som vi her diskuterer, som årlig får 16 til å utvikle kompetansehevende tiltak ute i kommunene, gjerne knyttet til utviklingssentrene i hvert fylke. Mange av de sentrene jobber veldig konkret med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Det fokusskiftet som har vært bare de siste årene på det feltet, er ganske imponerende. Jo, vi gjør mye. Det som er litt overraskende, er at dette ikke har like stort fokus fra forslagsstillerne, all den tid dette er en konsekvens av forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre for noen år tilbake. Det var jo det som var noe av byggesteinen for Kompetanseløftet 2015. Vi er i gang, vi leverer år for år, og målet er at planen i denne runden skal være sluttført i 2015, både Omsorgsplan og

Komiteen viser til at barn som er døende, og dør, kan være et av de vanskeligste temaene i helsevesenet. Det kan gi langvarige sår også før barnet dør. Organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn gjør en formidabel innsats for å få en helhetlig og nødvendig palliativ omsorg for barn og unge. Lindrende behandling for barn må ses på helt spesifikt. Ja til lindrende enhet og omsorg for barn sier følgende: «En aktiv og total tilnærming til lindrende omsorg for barn starter fra diagnosen eller anerkjennelsen om livstruende sykdom , stilles. Den omfatter fysisk, emosjonell, sosial og åndelig støtte gjennom hele sykdomsperioden, til døden og ettervern hos foreldrene/foresatte . Det fokuseres på forbedring av livskvalitet og kan også gis i tillegg til kurerbar behandling. Denne type behandling og omsorg gis fra dager, måneder til år.» De sier videre: «Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet, og gir liv til et liv.» Internasjonalt har det skjedd en del de siste årene når det gjelder palliativ omsorg til barn. En rekke land er kommet langt i sitt arbeid. I 2005 ble The International Children’s Palliative Care Network etablert. Den norske er med i denne organisasjonen. Det anslås at i alle fall tusen barn i Norge har behov for lindrende omsorg. Palliativ omsorg for barn krever både kompetanse og standarder, eller retningslinjer, for arbeidet. Statsråden var òg inne på at det nå utarbeides retningslinjer for palliativ omsorg til barn. Til nå har vi manglet det her i landet. Det er veldig positivt at det arbeidet nå er i full gang, og at statsråden sier at disse retningslinjene vil være ferdige i 2013. Disse vil være kunnskapsbaserte anbefalinger som vi virkelig trenger. Jeg har lyst til å avslutte med å takke statsråden for å ha satt i gang dette viktige arbeidet relatert til barn. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

Vi trenger gode habiliterings- og rehabiliteringstilbud over hele landet, og vi ønsker å styrke dette tilbudet. Stadig flere grupper av pasienter og brukere har god nytte av de mange habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes. Slik behandling gis både i spesielle rehabiliteringsinstitusjoner, i sykehus og poliklinikker, i distriktsmedisinske sentra og i primærhelsetjenesten. Habilitering og rehabilitering kan også skje i andre sammenhenger, som i friskhus og i lærings- og mestringssentra. Ifølge en oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet ser vi at kjøp av tjenester i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner har økt jevnt siden 2006, og at dette utgjør drøyt 1,5 mrd. kr i 2011. Slike institusjoner utgjør en viktig del av rehabiliteringstilbudet til mange pasienter med ulike diagnoser. Samtidig er rehabilitering omfattet av den samhandlingsreformen som Stortinget har vedtatt. Her har stortingsflertallet spesielt understreket at rehabilitering til den stadig økende eldre befolkninga og til folk med kroniske lidelser må bli bedre, og at de ulike tjenestene må koordineres bedre. Det betyr også at primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre rehabiliteringsaktører må ses i sammenheng, fordi mange pasienter og brukere nettopp har behov for en helhetlig plan når det gjelder den oppfølginga man skal ha. Jeg vil derfor understreke at rehabiliteringsinnsatsen for den enkelte pasient ikke nødvendigvis bare skal skje på ett sted, men i et samspill hvor mange sektorer og aktører deltar. Helsedirektoratet nedsatte i fjor et bredt sammensatt utvalg som har vært i sving for å se på forholdet mellom ulike typer rehabilitering og hvordan ansvaret kan fordeles mellom spesialistrehabilitering og rehabilitering i primærhelsetjenesten. Utvalget leverte sin innstilling i februar i år. Og sjøl om utvalget mener at vi ikke har et godt nok kunnskapsgrunnlag til å trekke bastante konklusjoner, peker innstillingen nettopp på viktigheten av koordinerte pasientforløp og tar til orde for at flere pasienter og brukere kan få god og tilpasset rehabilitering i det kommunale tjenesteapparatet, nær der den enkelte bor. Et fritt rehabiliteringsvalg kan på sikt føre til at det kan bli vanskelig å opprettholde det mangfold av rehabiliteringsinstitusjoner i alle regioner, slik som vi ønsker. Vi er enige med Helse- og omsorgsdepartementet i at fritt valg innen private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner – tilnærmet likt det som praktiseres innenfor fritt sykehusvalg ikke nødvendigvis sikrer pasientene helhetlige, tilpassede habiliterings- og rehabiliteringstjenester, fordi de fleste, som nevnt, trenger samhandling mellom ulike aktører og nivåer i rehabiliteringa. Samtidig er det jo slik at pasienter og brukere ofte og som regel er med i planlegginga når det gjelder å sy i hop et godt rehabiliteringsforløp. På den måten bidrar den enkelte faktisk i betydelig grad med egne tanker og synspunkter på den rehabiliteringa som skal settes inn. Dette er for øvrig helt i tråd med den praksis vi legger opp til gjennom Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan, hvor pasient og bruker er tiltenkt en aktiv og medskapende rolle i det helsearbeidet som angår den enkelte. Vi anbefaler at

I denne sal har alle partier – ikke bare i vår komité, men også i andre komiteer, og da særlig i arbeids- og sosialkomiteen – gjentatte ganger understreket viktigheten og nødvendigheten av gode rehabiliteringstilbud. Riktig rehabilitering til riktig tid har for veldig mange vært det helt avgjørende for å kunne stå i arbeid og har således også store samfunnsøkonomiske gevinster. I tillegg er rehabilitering helt avgjørende for mange med hensyn til å bli mest mulig selvhjulpen og til å lære seg å leve med sin nye situasjon. Da min datter i fjor plutselig mistet evnen til å gå, var det mye som måtte læres. Vi fikk etter mye fram og tilbake tilbud om et opphold på Sunnaas, noe vi er veldig takknemlige for i dag. Opplegget på Sunnaas var mye mer hensiktsmessig enn det tilbudet hun først hadde. Selv om hun sannsynligvis aldri vil bli som før igjen, oppholdet på Sunnaas til at hun i dag greier seg selv og er i full jobb. Uten rehabilitering hadde hun ikke vært der hun er nå. Rehabilitering har tapt mot andre formål når budsjettene har blitt lagt fram de siste årene. Riksrevisjonens granskning av rehabiliteringsfeltet for perioden 2005–2010 bekrefter at det ikke er mulig å måle noen styrking, og det er derfor vanskelig å se at regjeringspartiene faktisk mener det når de sier at riktig rehabilitering til riktig tid er viktig. Dagens situasjon er lange ventetider og bærer i liten grad preg av å finne det mest optimale tilbudet. Jeg har altfor mange ganger truffet folk som forteller at de riktignok fikk noe opptrening og oppfølging etter alvorlig skade eller sykdom, men at de er fortvilet over at samfunnet har brukt mye penger på vedkommende for å gi et tilbud som egentlig ikke var det riktige. Resultatet for mange er at veien tilbake blir unødvendig lang og dermed unødvendig dyr for samfunnet. I mange tilfeller påpeker disse at de sitter med en følelse av at systemet er mer opptatt av å ha gitt et tilbud enn av at tilbudet faktisk er det riktige. Slik kan vi ikke ha det. Det er gledelig å konstatere at hele komiteen innser at rehabiliteringsfeltet trenger å styrkes. At Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet nå endelig innrømmer dette, er et viktig skritt på veien. Men fellesmerknader alene gir ikke bedre tilbud. Statsråden sier i sitt brev av 28. mars: «Jeg mener det ikke er hensiktsmessig å innføre en ordning med fritt valg av tilbud i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner da dette ikke vil bidra til å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester Påstanden er direkte oppsiktsvekkende – for det første fordi man med dette påstår at folk flest ikke aner hva de trenger, og for det andre fordi statsråden ikke på en god måte begrunner sin påstand eller har noen forslag. Vi sitter atter en gang igjen med den samme konklusjonen som regjeringen har hatt i syv år: ingenting. Dette er dårlig nytt for pasientene. Igjen er vi vitne til en regjering som i valgkampen sier én ting, men som overhodet ikke følger opp i praktisk gjennomføring. 6. september 2011, i kommunevalgkampen, var statsrådens sekretær, Ragnhild Mathiesen, på besøk hos Ringen Rehabiliteringssenter. Da uttalte statssekretæren til Ringsaker Blad: «Det er også slik at vi bruker private i helsevesenet hver eneste dag. Ikke minst i forbindelse med rehabilitering. Og den nye reformen handler mye om nettopp rehabilitering. Det er viktig å få fram at vi er opptatt av forutsigbarhet og de private aktørene er en viktig del av helsevesenet.» Dette synes å sammenfalle lite med det faktum at statsråden i sitt brev til komiteen skriver: «Det er ikke lagt opp til en godkjenningsordning for private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner.» Tall viser en nedgang i bruk av private aktører, og regjeringspartiene avviser valgfrihet for pasientene. En samlet opposisjon er opptatt av kvalitet, valgfrihet, tilgjengelighet og ikke minst en styrking og forbedring av rehabiliteringsfeltet og fremmer derfor forslag for å få dette til. Jeg tar med dette opp mindretallets forslag i innstillingen. Representanten Kari Kjønaas Kjos har tatt opp det forslaget hun refererte til. Til tross for at rehabilitering er løftet fram av flere som

tilgjengelig og mangfoldig tilbud til alle som har behov for rehabilitering. Til tross for lange og økende ventetider de siste årene, i tillegg til økt behov, har det innenfor en rekke velferdstjenester blitt lagt ned flere private og ideelle institusjoner. På bakgrunn av dette og med et ønske om mer mangfold, økt kvalitet og valgfrihet, fremmet representanter fra Høyre våren 2011 Dokument 8:79 S. Ett av forslagene vi hadde, var å innføre en ordning på tvers av velferdssektoren med fritt behandlingsvalg. Dette fikk ikke Stortingets tilslutning. Men nå ser vi behovet for at tiltakene i dette forslaget tydeliggjøres av interesseorganisasjoner, altså pasientorganisasjoner, som er opptatt av svakheter i tilbudet vedtok Norsk Revmatikerforbund på sitt årsmøte 28.–30. oktober 2011 en resolusjon der forbundet krever at det innføres fritt rehabiliteringsvalg. Det vises bl.a. til at det er mange rehabiliteringsinstitusjoner som har kapasitet til å hjelpe revmatikere, men pasientene får avslag fra de regionale helseforetakene når de forsøker å benytte seg av tilbudet. Det viser seg at dagens praksis med kjøp av private tjenester er for restriktiv og bidrar til et dårligere tilbud for brukerne. Høyre mener at valgfrihet og mangfold er et viktig bidrag til å gi alle brukere og pasienter rask og god hjelp. Rehabilitering skal være tilgjengelig når man trenger det, og der man ønsker det. Derfor ønsker Høyre å innføre et system med fritt rehabiliteringsvalg, der alle som har rett til rehabilitering, også rett til å velge hvor tilbudet skal gis – vel og merke blant forhåndsgodkjente institusjoner. Norsk Revmatikerforbund har også påpekt at det for mange pasienter er slik at «kvalitet og rask rehabilitering er viktigere enn geografisk nærhet». Høyre mener private og ideelle aktører utgjør et viktig supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet, og er en nødvendig samarbeidspartner for å sikre alle med behov for rehabilitering kan få et best mulig tilbud. Det er viktig at det offentlige har ansvaret for å finansiere behandlingen for pasientene og brukerne, selv om de skal velge å benytte seg av et annet tilbud enn det offentlige. Det bør gjøres en sentral prisfastsetting som ikke diskriminerer tilbydere etter organisasjonsform, så fremt de møter kvalitetsstandarder som forutsettes. Det er selvsagt nødvendig å følge opp kontinuerlig for at tilbudene som inkluderes i ordningen, er av god kvalitet, med klare standarder som sikrer både brukernes rettigheter og forutsigbarhet for institusjonene. Det må være en åpenhet om kvaliteten på tilbudene, og denne må være lett tilgjengelig for pasienter som skal benytte seg av fritt rehabiliteringsvalg, og for deres pårørende, f.eks. gjennom oversiktlige og Vi mener engasjementet fra Norsk Revmatikerforbund aktualiserer denne problemstillingen og viser behovet for å få en særskilt behandling av forslaget om fritt rehabiliteringsvalg, slik en av de viktige brukerorganisasjonene dette gjelder, mener er viktig å få på plass. Vi er glad for full støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti for vårt forslag om å be regjeringen forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten på rehabiliteringstilbudet legge fram forslag om å innføre en ordning med fritt rehabiliteringsvalg. Personer med rett til rehabilitering skal fritt kunne velge mellom kvalitetssikrede institusjoner innenfor et transparent system med offentlig finansiering, som jeg var inne på tidligere. Vi er skuffet over regjeringspartiene, som igjen vil stemme ned et forslag som vil kunne gi raskere og bedre rehabilitering, og gi pasientene rettigheter til å velge selv. men ikke overrasket. Arbeiderpartiet har aldri vært pådriver for å gi pasienter rettigheter og frie valg – de har bare kommet diltende etter når de har vært nødt til Høgre foreslår i denne saka at ein skal innføra fritt rehabiliteringsval i Noreg, der personar med rett til rehabilitering fritt kan velja mellom kvalitetssikra institusjonar innanfor eit transparent system med offentleg finansiering. Senterpartiet vil understreka at private rehabiliteringsinstitusjonar er ein viktig ressurs i rehabiliteringsarbeidet, at dei er eit viktig supplement til det offentlege helsevesenet, og at dei framleis skal ha ein sentral plass. Statsråden har i sitt svarbrev til komiteen på ein veldig god og klar måte gjort greie for at habilitering og rehabilitering er ein prosess der det er viktig at ulike aktørar deltek, også andre aktørar i andre sektorar enn helsesektoren, eksempel er Det skjer rehabilitering både i kommunehelsetenestene og i spesialisthelsetenesta, det skjer gjennom ambulante team, og det skjer gjennom lærings- og meistringssenteret bl.a. Kva slags tiltak som er nødvendige i kvart enkelt tilfelle, må vurderast i kvart enkelt tilfelle. Vi kan vera einige om at mykje kan og må gjerast for å styrkja rehabiliterings- og men vi er ueinige i at det er hensiktsmessig å innføra ei ordning med fritt val av tilbod for å klara dette. Det er òg ei utfordring i forhold til ei utvikling med ytterlegare rettsbaserte helsevesen i staden for å sjå på kva slags behov som finst, og laga tilbod som Riksrevisjonen sin rapport som kom om rehabilitering, viste kva slags utfordringar vi har, og ein av dei tinga som kom fram der, var at det i dag er veldig stor variasjon mellom regionane når det gjeld talet på pasientar som får rett til fysikalsk medisin og rehabilitering. I av pasientane innan fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Telemark rett til nødvendig helsehjelp. Til samanlikning fekk 90 pst. av pasientane ved Helse Førde slik rett. Dersom ein på eit slikt grunnlag skal innføra rett til fritt rehabiliteringsval, vil det slå veldig skeivt ut. Fritt rehabiliteringsval er jo å kopiera ordninga med fritt sjukehusval. Vi har nettopp hatt ein riksrevisjonsrapport på den òg, og han viser at ordninga har sine klare svakheiter. Det er ei ordning som favoriserer ressurssterke pasientar, og ho favoriserer pasientar med høg inntekt og utdanning som kan det å klaga. Det som Høgre foreslår, kan vera eit steg på vegen mot eit endå meir byråkratisk helsevesen, der det er dei pasientane som kan det å klaga, som vinn fram. Derfor er eg veldig einig i svaret frå statsråden, at det er på andre måtar vi skal styrkja rehabiliteringsfeltet enn å gi ytterlegare klagemoglegheiter til pasientane. I dag står vi overfor en rekke utfordringer innen rehabilitering, og det har vi gjort i mange år, med lange ventelister, køer og uutnyttet kapasitet utenom den offentlige helsetjenesten. Vi hører om private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner som sliter for å overleve. Noen er allerede nedlagt, og andre står i fare for det i disse dager. Det er ikke fordi behovet er borte. I rapporten fra Riksrevisjonen om rehabilitering innen helsetjenesten fremgår det at flertallet av fastleger i landet vårt har opplevd at deres listepasienter får dårligere funksjon i påvente av et rehabiliteringstilbud, og at pasienter har falt delvis eller helt ut av arbeidslivet og har opplevd større grad av isolering. I brevet fra statsråden om representantforslaget slår hun fast at «habiliterings- og rehabiliteringsfeltet skal styrkes», og at tilbudet skal være slik at «alle som har behov for habiliterings- og rehabiliteringstilbud får tilbud tilpasset sine behov». Men slik er det jo ikke i dag, noe også tall fra helseforetakene synliggjør. De viser at det har vært en reduksjon i helseforetakenes sengekapasitet knyttet til rehabilitering på 8 pst. i perioden 2005–2010. Undersøkelsen fra Riksrevisjonen viser også at det har vært en reduksjon i antall liggedøgn og dagopphold knyttet til rehabilitering. Samtidig har det vært en økning i antallet polikliniske konsultasjoner, men økningen her er ikke like stor som reduksjonen i antall liggedøgn og dagopphold. Det har skjedd en endring i organiseringen innenfor sykehusene, men like fullt gjør utviklingen med avvikling av sengeposter og reduksjon i helseforetakene meg i hvert fall ikke beroliget. Jeg er redd for at dette kan innebære en risiko for at enkelte grupper som tidligere fikk et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, nå kan få et redusert tilbud. Det er mye som tyder på at dette er i ferd med å skje. Risikoen vil være størst for pasienter i de kommunene som ikke har et veletablert rehabiliteringstilbud. Det er 16 pst. av kommunene som ikke har f.eks. rehabiliteringsplasser i institusjon. Pasientorganisasjoner uttaler også i disse dager en sterk bekymring for mindre tilgang på fysioterapi, mindre tilgang på behandlingsplasser, for ventetider, og noen får også avslag. Selv om tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det har vært en økning i antall plasser på kommunalt nivå, opplever mange kommuner behov de ikke makter å dekke, og det er store variasjoner rundt i landet vårt. Problematikken har økt i takt med innføringen av Samhandlingsreformen og det at pasienter nå tidligere skrives ut fra sykehusene. Så vet vi også at kommunene i mindre grad klarer å tilby tilrettelagte rehabiliteringstjenester til Det er altså mange utfordringer når det gjelder rehabiliteringsfeltet, og utfordringene og behovene vil være økende i årene som kommer, ikke minst med tanke på at vi får flere eldre som vil trenge rehabilitering. I tiden er også et stadig sterkere Jeg håper derfor at habiliterings- og rehabiliteringspasienter i fremtiden vil få mulighet til å velge et rehabiliteringstilbud innen et kvalitetssikret system med offentlig finansiering. Når vi tenker på rehabiliteringstilbudet vi har hatt opp gjennom årene, har vi en rekke familiebaserte, familieeide rehabiliteringsinstitusjoner som tradisjonelt har gitt et fantastisk tilbud til mange. Det er en del pasienter som har ønsket å komme tilbake til disse år etter år. Jeg tror at mange av pasientene ville velge disse ideelle, tradisjonelle og gode rehabiliteringsinstitusjonene hvis de fikk velge. Gitt at de nå overlever, alle disse, hvilket jeg ikke er sikker på – jeg hadde besøk fra en for bare noen få uker siden som går for får vi håpe, fortsatt kunne bruke disse i årene fremover. Jeg er

opptatt av at de som har behov for habilitering og rehabilitering, skal få et tilbud som er tilpasset behovet deres. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet skal styrkes. Samhandlingsreformen er et viktig bidrag til dette. Dette forslaget fremmes Jeg tolker det dit hen at det er ment at det kan gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer. Økte ressurser på ett område i sykehussektoren, f.eks. rehabilitering, vil gi mindre ressurser på andre områder. Hvis forslaget skulle gjennomføres, måtte det i så fall skje ved tildeling av forhåndsgodkjenning, eller konsesjoner. Tildeling av konsesjoner innebærer at det stilles krav til institusjonene. Det fastsettes fast pris. Ordningen med fritt brukervalg i institusjoner som har fått konsesjon, ville innebære at de andre sykehusene i Norge betaler kostnadene gjennom de regionale helseforetakene. Ordningen vil kunne gi overkapasitet av noen tjenester og for liten kapasitet for andre. Kostnader og inntekter vil være uforutsigbare både for institusjonene og for sykehusene som må betale. På sikt kan man frykte at det først og fremst vil være kommersielle institusjoner som makter å håndtere en slik uforutsigbarhet. Disse vil dermed kunne utkonkurrere noen av de ideelle institusjonene og overta en større del av denne virksomheten. Habilitering og rehabilitering er prosesser som involverer mange aktører som samarbeider. Det gjelder også aktører i andre sektorer enn helsesektoren – som opplæringsetaten og Nav. Spesialisthelsetjenesten yter flere tjenester som inngår i en rehabiliteringsprosess. Dagopphold og poliklinikk blir stadig mer vanlig – også når det gjelder rehabilitering. I tillegg ytes det tjenester i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Rehabiliteringstjenester som ytes av slike private institusjoner, kan være ett av flere tiltak i en helhetlig prosess. De regionale helseforetakene skal følge regelverket for offentlige anskaffelser når de inngår avtaler med de private institusjonene. Gjennom avtalene sikrer de regionale helseforetakene at det er god kvalitet på tilbudet i institusjonene de inngår avtale med. Institusjonene trenger ikke forhåndsgodkjenning for å delta i konkurransen. Pris fastsettes med utgangspunkt i den tjenesten som etter avtalen skal leveres. På den måten blir de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene en del av det helhetlige tilbudet i regionen. Hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte pasient, skal vurderes på medisinsk grunnlag. Dersom det overlates til markedet fritt å avgjøre bruk av private institusjoner, vil det kunne vanskeliggjøre samarbeidet med andre som yter tjenester i rehabiliteringsprosessen. Målet er å sikre en helhetlig, målrettet tjeneste. Det som derimot er viktig, er å styrke tilbudet totalt sett. Antall opphold i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner har økt fra rundt 29 000 i 2006 til Økningen kan i stor grad tilskrives at tilbudet om dagopphold øker. Større vekt på dagtilbud er i tråd med endringene i organiseringen av rehabiliteringstilbudet. Vi foreslår som kjent i revidert nasjonalbudsjett ytterligere 200 mill. kr til å finansiere økte pensjonskostnader ved kjøp fra private. Dette er et viktig signal om at regjeringen fortsatt vil satse på disse aktørene. Jeg er enig i at det må arbeides med god kvalitet i habiliterings- og rehabiliteringstilbudet. Virkemidlene i Samhandlingsreformen skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet, og de skal være tilpasset den enkelte bruker. Det gjelder også samarbeid med private institusjoner om den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosess.

og jeg har også registrert det hun sier i brev til komiteen, at valg av tilbud i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner ikke sikrer pasientene helhetlige og tilpassede habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Jeg må be om veiledning fra statsråden om hvor hun kan finne denne dokumentasjonen. Det som regjeringen er opptatt av, er at rehabiliteringen skal være en del av en prosess. Det skal være basert på medisinskfaglige anbefalinger og kriterier. Det er nettopp derfor vi mener at når noen er vurdert for rehabilitering, skal det være en del av den prosessen som spesialisthelsetjenesten ivaretar. Så må jeg si at mye rehabilitering skjer i kommunene. Jeg var senest i går på Aker, som har fått et fantastisk flott rehabiliteringstilbud, kommunalt, som kommunen og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om. Det er veldig viktig, det er et veldig bra tilbud for mange pasienter, og denne typen mer lokale tilbud er det viktig også å satse på fremover.

løsning. Bakgrunnen for det er, som jeg sa i mitt innlegg også, at det er en del rehabiliteringsinstitusjoner, non-profit, som i disse dager faktisk går for halv maskin, og som er meget bekymret for om de klarer å overleve dette året. Så spørsmålet er om man kommer i havn med dette i løpet av kort tid. Jeg føler av og til at statsråden er i ferd med å si at vi overtar for de private og bygger opp nytt i det offentlige. Jeg det ikke er det som skjer. Når jeg sier at det i dag er bevilget 200 mill. kr til private og ideelle institusjoner – og det er en lang rekke av dem – for å betale pensjonskostnader, er det fordi vi satser på denne typen institusjoner. De er – for alle praktiske formål – et veldig viktig supplement til det offentlige helsevesenet, som vi er opptatt av å ivareta. Men vi er uenig i det forslaget som fremmes her, når det gjelder måten å gjøre dette på. Det høres tilforlatelig og veldig greit ut med fritt brukervalg, men skal du klare å ha kontroll over både kapasitet, kvalitet og kostnader, er man nødt til å ha dette som en del av hele det medisinske opplegget, og da er vi opptatt av at det skal det være,

godt tilbud? Det kan godt gi pasienter et godt tilbud. Mitt poeng var at rehabilitering er en del av en behandlingsprosess. Det er en av mange deler. Habilitering og rehabilitering er en svært viktig del. Det mener jeg er best ivaretatt ved at det er et forløp på det – at spesialisthelsetjenesten kan henvise til det tilbudet som er riktig når det gjelder den aktuelle diagnosen eller sykdommen. Jeg er veldig redd for at et fritt brukervalg av rehabiliteringstjenester – som høres veldig fint ut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

omfatte. Det skulle bare mangle at ikke pasienter som har behov for rehabilitering, også skulle ha muligheten til fritt valg av sted for rehabilitering – så lenge man har rett til rehabilitering, og så lenge institusjonen er godkjent når det gjelder kvalitet, selvfølgelig. Det hører med til historien at disse partiene har kjempet imot stort sett det som er av pasientrettigheter og muligheter for pasienter til å velge. De argumentene som brukes, er akkurat de samme argumentene som ble brukt da de andre rettighetene ble innført. Det er helt åpenbart at det er systemet som skal beskyttes, og ikke hensynet til den enkelte pasienten. Når pasientorganisasjonene går inn for dette, er det nettopp fordi pasientene veldig godt selv har en klar oppfatning om hvor de ønsker rehabilitering, og ikke minst innen rehabilitering burde det legges stor vekt på pasientens eget ønske. Når statsråden snakker om pasientens ønske på dette området, endrer man plutselig ordbruken fra å snakke om pasient til å snakke om marked. Statsråden sier at dette ikke kan overlates til markedet fritt å få bestemme. Men markedet i denne omgang er altså pasienten. Det er pasienten som skal få muligheten til å bestemme dette – en pasient som allerede har fått innfridd en rett. Statsrådens bekymring for økonomien må også her være ubegrunnet, fordi dette er pasienter som har en rett til rehabilitering. Det er ikke slik at det blir fritt fram for pasienter i Norge å velge å få rehabilitering. Det er selvfølgelig slik at man skal ha en rett til det også. Institusjonene vil være godkjente, og det er ikke minst de institusjonene som drives av ideelle organisasjoner, som har stor troverdighet og som har opparbeidet seg et godt navn og rykte blant pasientene, som vil ha store muligheter innenfor dette feltet. Men i bunn og grunn handler det om at pasienter som har behov for rehabilitering, bør ha de samme rettighetene til å kunne velge fritt som pasienter innenfor andre områder i helsevesenet. Derfor er dette et forslag som Høyre kommer til å gjenta helt til vi får gjennomslag også for denne pasientrettigheten, slik vi har fått gjennomslag for alle andre pasientrettigheter vi har foreslått over tid. Bare en kort merknad. I det utvalget som har utredet funksjonsfordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det gjelder rehabilitering, har det vært flere brukerorganisasjoner med. Utvalget som har utredet funksjonsfordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det gjelder rehabilitering, har det vært flere brukerorganisasjoner med. Utvalget konkluderer med at vi nå må ha mer rehabilitering i primærhelsetjenesten. Store pasientgrupper vil tjene mer på å ha rehabilitering nært der de selv bor – ikke minst gjelder det kronikere, som vi nå har satt et større fokus på gjennom Samhandlingsreformen. Representanten Høie snakker om hvem som vet best hva som fungerer. Alle som vet noe om rehabilitering, sier at vi vet for lite, men det vi kan konkludere med, er at vi trenger mer rehabilitering i primærhelsetjenesten. Jeg mener også at forslaget om fritt rehabiliteringsvalg, som vi her har diskutert, kan gjøre det mye vanskeligere for rehabiliteringsinstitusjoner – ikke minst i den landsdelen hvor jeg bor – og føre til at de kommersielle vil vokse på bekostning av de ideelle, som statsråden også var inne på. Det synes jeg at forslagsstillerne også skal ha i mente. Flere har ikke bedt om ordet til sak

samkvem. Det hadde

Stortinget er da klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Presidenten vil foreslå at utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker holdt i Stortingets møte 8. mai 2012 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. I sak nr. 2 foreligger det ikke noe voteringstema. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Line Henriette Hjemdal på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og

Det voteres alternativt mellom disse forslagene og komiteens innstilling. Venstre har varslet at de vil støtte forslagene. Voteringstavlene viste at det var avgitt 49 stemmer for innstillingen og 48 stemmer for forslagene.

det
Med dette omfattende tilløp til feilvotering vil presidenten ta voteringen på nytt, slik at vi er sikre på at vi får riktige stemmetall.

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, som står bak II i innstillingen. Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet da ønsker å stemme imot innstillingens